vedtak til Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Jeg stemte feil. Det

Dermed er dagens kart ferdig behandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er